representanten tar opp en stor diskusjon om barnehagefinansieringen. Jeg har sagt flere ganger at jeg er enig i at det er et problemkompleks som vi er nødt til å gå inn i. Det jeg synes er merkelig, er at representanten gjentatte ganger forsøker å være høy og mørk i diskusjonen, som om det plutselig etter at Arbeiderpartiet gikk ut av regjering, er greit bare å slå en strek over hva man gjorde de foregående åtte årene. Da er det verdt å minne om at dette var en politisk ambisjon som den rød-grønne regjeringen hadde, og man bevilget midler til likebehandling med det samme systemet som er i dag. Det gjorde vi også i 2014. Men nå har vi sagt at vi vil gå gjennom hele systemet og se alt i sammenheng, både der vi vet at de private barnehagene får mindre, og der noen, bl.a. Telemarksforsking, har ment at de får mer. Den muntlige spørretimen er Til representantenes orientering vil presidenten meddele at det i dag ikke foreligger noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til finansministeren: «På spørsmål fra

spørsmålslisten. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til finansministeren: «På spørsmål fra TV 2 16. januar om statsråden «er villig til å sette menneskerettighetene til side» for å få mulla Krekar i forvaring, svarer statsråden «ja». Det er et oppsiktsvekkende svar. Respekt for menneskerettighetene er jo det fundamentale skillet mellom det norske myndigheter skal stå for, og den fundamentalismen som Krekar representerer. Vil statsråden endre sitt svar og med det bekrefte at regjeringen ikke er villig til å sette menneskerettighetene til side?» Som finansminister kan jeg slå fast at regjeringen legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeid. Det er et tydelig svar på vegne av regjeringen. Jeg må likevel få lov til å stille et tilleggsspørsmål, siden finansministeren har gitt det omtalte intervjuet, og det er bare for å forsikre meg om at også finansministeren slutter opp om regjeringens politikk, og at det er det som gjelder, og ikke det som finansministeren sa på TV 2 på dette punktet. statsråd. På bakgrunn av det kan jeg nok en gang slå fast at regjeringen legger Grunnloven og norsk lov, herunder menneskerettsloven, til grunn for sitt arbeid. Men så er sikkert representanten ikke helt ukjent med at rollen som partileder i et regjeringsparti medfører at man deltar i ulike debatter og svarer på spørsmål som angår ens eget parti, og partilederen i Fremskrittspartiet mener det Fremskrittspartiet alltid har ment: Vår politikk og våre løsninger ligger fast. Med bakgrunn i det denne saken gjelder, har jeg lyst til å slå fast de to forholdene vi alltid har vært opptatt av. Det ene er at utsendelsesvedtaket skal effektueres så fort forholdene ligger til rette for det. Det andre er

Derfor er det av svært stor betydning at vi ikke har en regjering som sier to forskjellige ting om sitt syn på noe så grunnleggende for det norske demokratiet som menneskerettighetene. Derfor er det spesielt om Siv Jensen forbeholder seg retten til å si én ting i stortingssalen og noe annet utenfor. Det vil være en stor fordel for regjeringen om regjeringens budskap er ett – i denne salen, på TV 2 og andre steder. vil spørre om det nå er sånn at regjeringen kommer til å snakke med én stemme i denne saken, også i media, og at den ene stemmen vil si det motsatte av det Siv Jensen sa på TV 2, nemlig at det selvfølgelig ikke er aktuelt å sette menneskerettighetene til side i denne eller noen annen sak. Regjeringen har én politikk og jeg vil gjenta det jeg har sagt flere ganger i dag, nemlig at vi legger til grunn Grunnloven og norsk lov for vårt arbeid. Så har jeg lyst til å understreke for representanten Lysbakken hva som står i Fremskrittspartiets partiprogram. Jeg skal sitere fra det, for vi har programfestet at partiet er for grunnleggende menneskerettigheter, og at vi vil arbeide «for universell aksept av menneskerettighetene». Vi ønsker også at FN skal fokusere på og «hindre vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter». Men Fremskrittspartiet er også for å løse de nye sikkerhetsutfordringene som Norge og Europa står overfor. Jeg håper i det minste at også representanten Lysbakken er for å finne løsninger av hensyn til borgernes håper i det minste at også representanten Lysbakken er for å finne løsninger av hensyn til borgernes sikkerhet. «I Nasjonal transportplan er det føresett at utbygging av E16 over Filefjell skjer samanhengande. For å halde framdrifta i prosjektet er det i handlingsprogrammet lagt inn 50 mill. kr til oppstart av strekninga i 2015. I regjeringa sitt budsjett er det derimot kutta 55 mill. kr til E16 Filefjell, noko som ifølgje Statens vegvesen gjer at ein ikkje har midlar til å starte prosjektet og dermed halde framdrifta. Kva er dei faglege årsakene til kuttframlegget, og kan statsråden garantere at dette ikkje vil føre til forseinkingar i utbygginga?» I statsbudsjettet for i år fremmet regjeringen forslag om å starte på arbeidet med denne parsellen i år. Det er regjeringens politikk å ha en offensiv utbygging av veisystemet utover det som Nasjonal transportplan har lagt opp til. Vi foreslo derfor å sette av 55 mill. kr til det formålet i år. Dette prosjektet er siste etappe av utbygging av E16 over Filefjell. Så er det sånn at vi har ikke flertall i Stortinget. Vi måtte derfor gå gjennom budsjettforhandlinger, og i de budsjettforhandlingene var det andre parti som ønsket å opprioritere jernbane og nedprioritere vei. og nedprioritere vei. Da var det dette prosjektet som mistet bevilgningen, så det ble altså kuttet 55 mill. kr på post 36 for E16 over Filefjell. Dette fører med seg at det ikke er midler til å starte opp prosjektet nå i høst, som planlagt, men det vil være rasjonell anleggsdrift for E16-prosjektet over Filefjell. Det skjer sammenhengende utbygging. Det er ikke sånn at vi nå vil ta en pause i de prosjektene som er, og så begynne å rigge ned organisasjonen og fortsette senere. Det vil være en sammenhengende utbygging, men akkurat den parsellen kommer vi ikke i gang med som planlagt. Da er det min jobb som samferdselsminister å sørge for at vi opprettholder tempoet i de prosjektene som er i gang – der er det ikke gjort noen endringer – og at vi sørger for at når pengene kommer til prosjektet som nå mister dem, bygger det så raskt som mulig, sånn at vi unngår forsinkelser i størst mulig grad. E16 over Filefjell er en viktig strekning. Vi har sagt vi skal gjennomføre den, men vi fikk altså ikke flertall for å bevilge de pengene nå i år. Jeg vil jobbe for at de kommer på plass så fort som mulig senere. Eg er kjend med at forslaget om å ta ut midlane kom frå partiet Venstre, men statsråden har vel òg moglegheit, om statsråden ville, til å kome med andre forslag. Men eg skal ikkje gå inn i dei forhandlingane. I avisa Valdres 27. januar kan ein lese at det er stopp for E16 Øye–Eidsbru: «Vegvesenet stoppar grunnervervet etter at 55 millionar vart trekt tilbake.» Avisa har prøvd å få svar i Samferdselsdepartementet på om stoppen i grunnervervet er mellombels eller om departementet har tenkt å skrinleggje utbygginga, men ingen har kunna gi noko svar før avisa gjekk i trykken. Kan statsråden gi eit svar på kva som er årsaka til at grunnervervet er stansa, og på om ein vil ta opp att dette arbeidet? Jeg har egentlig allerede svart på det. Jeg sier at dette

Vi er i gang med å levere på det. Vi ligger foran skjemaet når det gjelder oppfølging av Nasjonal transportplan. Når en i Stortinget vedtar å bevilge litt mindre penger enn planlagt fra regjeringen, så må en kutte et sted. Hadde det ikke blitt dette veiprosjektet, hadde det blitt et annet veiprosjekt. Totalvurderingen var at det prosjektet som blir minst rammet av et kutt, er nettopp dette. Det å kjøpe eiendom, som jo grunnervervsbevilgning er til, kan en fortsatt gjøre relativt kjapt når pengene kommer på bordet.

det partiet som framfor alle har kritisert oss tidlegare for å vere for smålåtne. Dette er smålåte, og det som vert sagt av statsråden i dag, er oppsiktsvekkjande defensivt med tanke på hans eiga rolle og regjeringa si rolle som pådrivar for vegutbygging i dette landet. Så mitt spørsmål er igjen: Vil statsråden sikre at det kjem eit anbod ut, og at det ikkje vert forseinkingar i forhold til det som ligg i Nasjonal transportplan for E16 over Filefjell?

der forrige regjering på samme tidspunkt i sin periode lå an til å underoppfylle Nasjonal transportplan. Derfor har jeg ingen dårlig samvittighet når det gjelder det som skjer nå, når det altså er en veisatsing som betyr at for første gang på mange tiår begynner vi nå å hente inn på vedlikeholdsetterslepet, som økte år for år under forrige regjering. På jernbane økte forfallet fra 9,5 mrd. kr til over 18 mrd. kr i de åtte årene de rød-grønne styrte. For første gang på lang tid begynner vi nå å redusere forfallet. Akkurat til dette prosjektet skulle jeg gjerne ønske jeg fikk de pengene jeg hadde foreslått. Flertallet ville ikke, men totalt sett har flertallet gitt et veldig godt budsjett for samferdsel. samferdsel. NRK har et unikt samfunnsoppdrag som allmennkringkaster, med sin sterke tilstedeværelse i hele landet, med sin funksjon i krise, og med det beredskapsansvaret NRK har. Spørsmålet mitt er: «Siden NRK ikke fikk innvilga nødvendig lisensøkning for å holde tritt med kostnadene på arbeidsstokken, må de nå kutte. I ett av forslagene risikerer NRK Hedmark og Oppland og NRK Trøndelag til sammen å måtte bære 90 pst. av de samla kutta. Senterpartiet mener distriktskontorene er viktige for å oppfylle NRKs rolle som allmennkringkaster og kulturbærer. Hva vil statsråden, i egenskap av NRKs generalforsamling, gjøre for å sikre at kuttene ikke vil rasere lokaljournalistikken og NRKs tilstedeværelse i de berørte fylkene?» Som representanten Slagsvold Vedum vet, besluttet et flertall i Stortinget at kringkastingsavgiften for 2015 skulle øke med 25 kr. Bakgrunnen for vedtaket er at NRK siden 2006 har fått betydelig økte lisensinntekter. NRK-lisensen har økt langt mer enn den generelle prisstigningen, og i tillegg har antallet avgiftsbetalere i samme periode økt med om lag 200 000. NRKs utgifter er i hovedsak uavhengig av antallet lisensbetalere, og befolkningsøkningen har dermed over år gitt NRK vesentlig

Men så er det slik at det er styret og ledelsens ansvar å forvalte selskapets verdier og prioritere ressursbruk innenfor de økonomiske rammene som blir fastsatt i Stortingets årlige vedtak om kringkastingsavgift. NRKs vedtekter krever at styret forelegger alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning for generalforsamlingen. Jeg har heller ikke mottatt noe varsel fra styret om at det ønsker å legge fram sak for generalforsamlingen om hvordan selskapet vil gjennomføre kostnadsreduksjonene. Jeg har for øvrig tillit til at NRK-styret og også ledelsen er i stand til å gjøre de disposisjoner som er riktige og nødvendige innenfor rammene av vedtektene, og at man ikke legger opp til å rasere verken lokaljournalistikken og at man ikke legger opp til å rasere verken lokaljournalistikken eller NRKs tilstedeværelse i de nevnte fylkene. Jeg vil ellers nevne at kravene til effektivisering og innsparing ikke alene gjelder distriktskontorene, men hele NRK. NRK-styret har vedtatt et budsjett for 2015 som legger til grunn at reduksjonen av bemanningen som NRK påbegynte i 2014, vil fortsette i 2015 for å sikre et Målet for selskapet som helhet er at bemanningen i løpet av 2015 skal være redusert fra 3 638 til 3 500 faste årsverk. Jeg har fått opplyst at forslaget om bemanning på distriktskontorene baserer seg på en intern analyse NRK har gjennomført, og som definerer nødvendig standard bemanning på distriktskontorene.
så ble det så stor motstand i de andre fylkene at prosessen ble stoppet. Det som nå skjer, er at de to regionene som valgte å følge ledelsens oppfordring om å slå seg sammen og frigjøre journalistiske ressurser, er de to regionene som blir og frigjøre journalistiske ressurser, er de to regionene som blir straffet og får de største kuttene. Er det en klok måte å styre omstillingen i NRK på at de som faktisk prøver å frigjøre ressurser, i neste omgang blir straffet, da nesten hele kuttet som skal tas innenfor distriktsdivisjonen, skjer i de fire fylkene som har fulgt NRKs egne råd? For det første vil jeg understreke at det er mitt ansvar å sørge for at NRK følger de NRK følger de vedtektene – og ikke minst plakaten – som Stortinget har vedtatt. Jeg har tillit til at styret og administrasjonen faktisk følger opp de økonomiske rammene som de er blitt tildelt, og tilpasser aktiviteten sin til det. Etter det jeg kjenner til, er det ikke besluttet hvor mange stillinger som skal tas på det enkelte distriktskontor. Et oppslag på journalisten.no viser at åtte ulike alternativer er til vurdering, men det er ikke slik at det er tatt noen beslutning om dette ennå. Disse forslagene, som er til vurdering i NRK, baserer seg på et internt arbeid som startet allerede sommeren 2014 med sikte på å standardisere bemanningen på det enkelte distriktskontor. Det er veldig viktig å understreke ansvarsdelingen mellom det statsråden har ansvaret for, og det som styret og ledelsen i NRK har ansvaret for. for. Jeg merker meg at statsråden sier at det ikke er fattet noen beslutning, og da er det jo fortsatt håp. Her er ikke ønsket mitt å score politiske poenger. Poenget er at jeg ønsker å ha et sterkest mulig NRK i hele landet, både i Trøndelagsfylkene og i Hedmark og Oppland, som det er i mange andre fylker. Da gjentar jeg spørsmålet, for det som oppleves veldig urettferdig nå, er at det er nettopp de fylkene – og vi er kanskje litt for snille i Hedmark og Oppland og i Trøndelagsfylkene – som når ledelsen sa det, hørte på det og slo seg sammen og frigjorde ressurser, som nå blir straffet. Ser ikke statsråden at tilstedeværelsen av distriktsdivisjonen i landet er noe av hovedjuvelen til NRK, og at man også må spille på lag med de fylkene som har ønsket å frigjøre redaksjonelle ressurser, og ikke straffe dem når man kommer i trangere Jeg synes det er viktig å understreke at i NRK-plakatens punkt 3 står det nettopp at «NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse». Jeg er veldig enig i det som representanten her understreker, at det er viktig å opprettholde et sterkt og godt NRK i alle deler av landet. Det har en funksjon med bl.a. beredskap, og en del tilleggsfunksjoner som vi betaler for gjennom de lisensøkninger som kommer, for at NRK skal kunne gi et godt tilbud. Så understreker jeg igjen at det er styret og ledelsen i selskapet som har ansvaret for å fordele de ressursene som de til enhver tid har tilgjengelig,

understreker. «Dagsrevyen presenterte 19. januar 2015 en sak om at norske kommuner mangler penger til klimatiltak. Statssekretær Lars Andreas Lunde uttaler at det viktigste norske kommuner kan gjøre for å forberede seg på klimakrisen er å slå seg sammen. Er statsråden enig i at det Er statsråden enig i at det er viktigere med kommunesammenslåing noen år frem i tid enn å gjennomføre tiltak raskt for å kutte klimautslipp og tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene?» Saken i Dagsrevyen dreide seg om tilpassinger samfunnet må gjøre til et endret klima – ikke utslippsreduksjoner. Det er viktig at kommunene også sørger for å redusere klimagassutslippene, og de har mange virkemidler for dette, som bl.a. de statlige planretningslinjene om klima og energi sier noe om. Men saken på NRK var om klimatilpassing – ikke utslippsreduksjoner. Statssekretæren ga et lengre intervju og nevnte en rekke viktige virkemidler og tiltak, men kun én setning ble gjengitt i sendingen. Konteksten og alle de andre viktige tiltakene som ble nevnt, ble redigert vekk. NRK har til og med innrømmet overfor Klima- og miljødepartementet at tittel og ingress var misvisende, og endret saken for å gjøre den mer nyansert. Representanten Pedersens spørsmål er derfor stilt på et sviktende grunnlag, og det tror jeg framgår ganske klart. Men som representanten Pedersen sikkert er klar over, er klimatilpassing et ganske nytt fagfelt. Vi vet at mange kommuner har behov for ytterligere kompetanse på dette. Derfor er nettopp bistand til kommunene for å gjøre dem i stand til å jobbe godt med klimatilpassing veldig viktig for regjeringen. Ulike statlige myndigheter veileder gjennom sine kanaler, og vi er i ferd med å få utarbeidet mer detaljerte klimadata, slik at kommunene skal ha bedre kunnskap om hvordan klimaendringene vil slå ut hos dem. Vi har flere nettsteder som gir informasjon og veiledning hvordan kommunene kan og bør jobbe med klimatilpassing. Vi er også i ferd med å opprette nettverk for arbeid med klimatilpassing i kommuner og har opprettet en egen statlig støtteordning for klimatiltak og klimatilpassing. Bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorats arbeid med sikring mot flom og skred har økt betraktelig de siste årene. Kommunesammenslåing er en annen debatt, men det er åpenbart at det gir mulighet for å styrke fagmiljøer. Dette kan i sin tur bidra til å styrke klimatilpassingsarbeidet, men vi venter likevel ikke på dette. Eksemplene viser at regjeringen gjør mye for å sikre at samfunnet blir best mulig tilpasset et klima. Jeg takker for svaret, og jeg er glad for at statsråden slår fast at det er behov for flere tiltak enn kommunesammenslåing for å tilpasse Norge til de klimaendringene som ikke bare kommer, men som allerede er over oss. Vi har sett at flom og brann har påført kommunene masse ekstraarbeid og store regninger. og store regninger. Vi vet at flom, brann og klimaendringer rammer vilkårlig. Vi har sett at Lærdal fikk under halvparten av den hjelpen de ba om, og ordføreren der sier at han føler seg sviktet av statsministeren. Før jul fremmet Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen i Stortinget en rekke tiltak for at staten skulle bistå kommunene bedre i tiden som kommer, i form av både økte bevilgninger og f.eks. en opptrappingsplan i regi av NVE for å kunne bistå kommunene bedre. Dette ble nedstemt. Vil klimaministeren se på disse forslagene på nytt? nytt? Som jeg sa i mitt første svar, har bevilgningene til NVE til flom- og skredsikring økt betraktelig de siste årene. Det er viktig at vi har et nært samarbeid med kommunene, slik at de jobber med klimatilpassing. I tillegg er det viktig at også kommunene jobber klimautslippene. Så vi jobber godt sammen med kommunene på dette feltet, for dette er viktig, for utfordringen med klimatilpassing blir ikke mindre i årene som kommer. kommer. Jeg er helt enig med klimaministeren i at dette er en utfordring som kommer til å bli større. Det er også helt riktig at bevilgningene har økt de siste årene, men det har også utfordringene gjort. Både kommuner og fylkeskommuner er i en situasjon hvor de må betale større og større regninger for å reparere klimaskader, samtidig som de er nødt til å ruste opp infrastruktur, kapasitet og kunnskap på andre måter for å tilpasse seg framtiden. Dette koster penger, og derfor har opposisjonen i Stortinget foreslått en opptrappingsplan for NVE, for å bistå kommunene bedre. Vi har foreslått å gjennomgå regelverket for kompensasjon til kommuner som vilkårlig rammes av naturskader, og vi har foreslått å forsere faresonekartlegging i de 120 mest utsatte kommunene. Alt dette ble nedstemt av stortingsflertallet, og derfor gjentar jeg spørsmålet: Vil klimaministeren se på disse forslagene på nytt, sånn at vi kan ruste kommunene bedre for et samfunn der klimaendringene berører oss? Vi gjør en rekke tiltak for å heve kompetansen i kommunene. Vi har statlige myndigheter som veileder innenfor sine ansvarsområder. Det er flere veiledere og nettsteder som også forteller om klimaendringenes lokale effekter og mulige klimatilpassingstiltak. Vi oppdaterer også informasjonen om framtidens klima i Norge basert på de nyeste tallene fra FNs klimapanel. Vi oppretter et kommunenettverk for Vi har opprettet en ny tilskuddsordning på 2 mill. kr for klimatilpassingstiltak. I april i fjor opprettet jeg et ekspertutvalg som skal gå igjennom regelverket for overvann og foreslå eventuelle endringer som kan tydeliggjøre ansvar og roller for kommunene. Så vi gjør mye sammen med kommunene, og jeg er helt enig med representanten Pedersen i at vi må gjøre mye på dette området, for denne utfordringen blir ikke mindre i årene som kommer.

kommer. Spørsmålet mitt går til klima- og miljøministeren og lyder slik: «Ifølge klimaavtalen fra Lima skal Norge sende inn vårt klimamål for 2030 til FN innen 31. mars. I statsbudsjettet forventes det at utslippene i 2030 vil være om lag på dagens nivå, men regjeringen har varslet en stortingsmelding om klimapolitikken i februar. Hvorfor legger regjeringen opp til en hastebehandling av en av de viktigste sakene i denne stortingsperioden, og kan statsråden gjøre rede for hvilke tema Stortinget forventes å ta stilling til i forbindelse med meldingen?» Norge skal, som representanten tar opp, melde inn vår indikative utslippsforpliktelse til FNs klimakonvensjon i løpet av første kvartal 2015. Dette er forløperen til det som senere kan bli en forpliktelse i en klimaavtale for alle land. Selve avtalen framforhandles i Paris. Erfaringsmessig kan det ta lengre tid før den er klar for ratifikasjon. Normalt vil Stortinget bli involvert i en ny norsk forpliktelse først i etterkant ved en ratifikasjon. Vi ser imidlertid at dette er en sak av stor politisk betydning, og vi signaliserte derfor i revidert nasjonalbudsjett at Stortinget vil bli orientert på egnet måte. Ved å legge fram en stortingsmelding sørger vi for en god og grundig orientering, og grundig orientering, og vi ønsker å forankre dette i Stortinget. Jeg vil også minne om hva oppgaven er: å sende inn en indikativ forpliktelse til klimaforhandlingene i Paris i desember, med tilstrekkelig informasjon til å gi klarhet i hva bidraget innebærer. Først på klimakonferansen i Lima i desember i fjor ble det vedtatt endelig hva vi er forventet å legge fram. Vi har tidligere sagt at vi skal legge fram en stortingsmelding om dette i midten av februar. Det jobber vi fortsatt for. Etter dette er det Stortinget selv som må ta beslutningen om hva som er forsvarlig behandlingstid for denne meldingen. Det blir ikke riktig av meg nå å gå i detalj om innholdet i en melding som ikke er lagt fram, men jeg vil også minne om at Stortinget fikk fyldig informasjon om denne saken i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Det vi sa der, var bl.a. at regjeringen vil legge kunnskapsgrunnlaget fra FNs klimapanel til grunn ved utformingen av en ny utslippsforpliktelse. Norges innspill skal også være kvantifiserbart, forutsigbart og utformet slik at det kan etterprøves internasjonalt. Vi er også opptatt av at forpliktelsen utformes slik at den gir riktige incentiver for alle sektorer, både på kortere og lengre sikt, og slik skaper forutsigbarhet for investorer og beslutningstakere. Utover dette vil jeg vise til framleggelsen av meldingen i februar. Meldingen vil gi nødvendig informasjon til Stortinget for å legge til rette for en god beslutning om Norges klimaforpliktelse. Jeg har i løpet av det siste halvannet året nærmest utallige ganger spurt statsråden om hun kan kvantifisere hvor mye utslipp som skal kuttes i Norge med regjeringens politikk. Hun har aldri svart på det, og hun svarer fortsatt ikke på det. Det vi derimot vet, er at utslippene per innbygger i Norge er blant de aller høyeste i Europa. Bare Russland og Estland har høyere utslipp per innbygger i Europa. Sverige har halvparten så høye utslipp per innbygger som Norge. Likevel har statsråden forrige tirsdag sagt at Norge skal ha ambisiøse klimamål, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal kutte like mye som EU. Så hvordan kan statsråden nå forsvare, gitt det høye utslippsnivået Norge har, at hun allerede har signalisert at vi skal kutte mindre enn EU? enn EU? Jeg har sagt nå at vi kommer til Stortinget med en melding som kommer til å være klar på våre utslippsforpliktelser fram til 2030. Nå kom Statistisk sentralbyrå nettopp med nye, oppdaterte utslippstall. Vi ser at utslippene har gått ned hvert år siden 2010. Det går altså rett vei, men vi ser også at gapet for å oppnå 2020-målet er redusert fra 8 millioner tonn til 6,5 millioner tonn. Men det som er helt klart, og som også kom fram tydelig i Lima, er at alle landene må øke sine ambisjoner fram til 2030. 2030. Det som er sannheten om norske klimagassutslipp, er at de praktisk talt ikke går ned, og at det i regjeringens eget nasjonalbudsjett er framskrivninger som tilsier at klimagassutslippene i hvert fall ikke vil gå ned fram til 2020. Koblet til at regjeringen gjentatte ganger ikke vil forplikte seg til konkrete utslippskutt, er det ikke noe rart at utslippene våre ikke går ned.

Meldingen kommer i midten av februar, så helt konkret hva vi legger opp til, kommer da. Det som er helt klart, som jeg har sagt også gjentatte ganger her, er at Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn. Regjeringen har sagt at vi skal forsterke klimaforliket, og gjennom samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi også gjennom statsbudsjettet for 2015 lagt opp til konkrete virkemidler for å forsterke klimaforliket. Vi har rekordsatsing på jernbane, vi har biogass, og vi har enøkfradrag, for å nevne noe. Dette arbeidet vil fortsette, men vi må komme tilbake til det når meldingen snart blir lagt fram. «I årets sjukehustale skisserte statsråden tre modellar for sjukehus. Modell 1 er å oppretthalda akuttkirurgi ved dei minste sjukehusa nokre år til.

Statsråden har i etterkant garantert for at akuttfunksjonar ved Tynset, Kirkenes og Hammerfest skal oppretthaldast etter modell 1. Kva vil statsråden gjera for å unngå seigpining og sikra god kvalitet ved det akuttkirurgiske tilbodet?» I sykehustalen i januar presenterte jeg tre mulige utviklingsveier for norsk sykehusstruktur: Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholde akuttkirurgi også ved de minste sykehusene noen år til. Vi kan følge den tradisjonelle medisinske tenkningen som sier at akuttfunksjonene i indremedisin alltid skal være sammen med akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien sentraliseres som følge av den medisinske utviklingen, vil det bety vesentlig færre akuttmottak og dermed vesentlig færre sykehus.

og trygt tilbud til pasientene. I Norge må vi – uansett modell – ta geografiske hensyn, som f.eks. i Finnmark. Men vi må snakke om hva som vil være god arbeidsdeling mellom sykehusene. I dag er det forskjeller i kvalitet og stabilitet på tilbudene ved mange sykehus. Utfordringene er nært knyttet til at mange norske sykehus er svært små, og betjener en liten befolkning. Med det følger at mange sykdommer og tilstander opptrer sjelden, og at det er vanskelig å opprettholde nødvendig trening hos fagfolkene, særlig innen kirurgi. Både kunnskap og trening forutsetter et pasientvolum som er større enn det mange sykehus har i dag. Fagmiljøene gir råd om at mer av kirurgien bør samles på færre sykehus. Jeg jobber nå med å finne en modell som gjør dette mulig, samtidig som vi kan beholde små sykehus som en grunnmur i sykehustilbudet til befolkningen. Regjeringen ønsker at modellen ikke svekker akuttkirurgien, men styrker den. Det viktigste er at pasienten møter en kirurg som er trent i å utføre inngrepet pasienten skal igjennom. Vi må klare å gjøre dette uten å legge ned mange av de små sykehusene. Dette kan gjøres ved å tilpasse akuttfunksjonene til den befolkningen et sykehus skal betjene. I Nasjonal helse- og sykehusplan vil vi utrede alle de tre modellene for framtidig utvikling av sykehusene. Fram til saken legges fram for Stortinget til høsten, ønsker jeg en åpen og god diskusjon om dette, både faglig og politisk. Eg opplever at statsråden ikkje svarer på spørsmålet mitt. Eg spurde ikkje om dei tre sjukehusmodellane, eg spurde om sjukehusa i Tynset, Kirkenes og Hammerfest – som statsråd og statssekretær i media har brukt ord som «garanti» og «lovnad» om – skal få behalda sin akuttkirurgiske beredskap. Samtidig tala statsråden i talen om at slike sjukehus ville koma ut for vanskelege prosessar der kvaliteten vil lida undervegs. Då lurer eg på kva statsråden vil for å unngå at desse sjukehusa vil oppleva det som statsråden sjølv åtvara mot i sjukehustalen, altså unngå vanskelege prosessar, slik at det vert føreseieleg og ein unngår stadige forslag om å mista akuttkirurgisk beredskap. Jeg er ikke kjent med at det foreligger noen konkrete planer om å gjøre endringer på det foreligger noen konkrete planer om å gjøre endringer på akutt-tilbudet på de tre nevnte sykehusene. Vi følger med på utviklingen i de ulike helseforetakene. Det som nå er viktig, er å få en god diskusjon om hva som må være på plass rundt denne type tilbud for å ta vare på kvaliteten og sikkerheten for pasienten, og også for å gjøre det til attraktive arbeidsplasser for flinke fagfolk. og også for å gjøre det til attraktive arbeidsplasser for flinke fagfolk. Derfor har jeg nå bestemt å nedsette en gruppe av fagfolk innen anestesi, kirurgi, ortopedi og indremedisin som skal gi departementet råd om faglige konsekvenser av de tre sykehusmodellene som man snakket om. De skal også gi råd om hva som kreves av støttefunksjoner for å gjøre en modell med akutt indremedisin, planlagt kirurgi, ortopedi og anestesi bærekraftig og faglig attraktiv for mindre sykehus, og hva som må til for å opprettholde et godt faglig tilbud der det også er et lavere pasientgrunnlag. Det føreligg i ein rapport som skulle sendast på høyring, eit forslag om å fjerna akutt kirurgi på Tynset. Men spørsmålet mitt er prinsipielt: Når statsråd og statssekretær går ut i media og garanterer og gir lovnader, må Helse-Noreg vita om dette er politiske signal som er bindande fram i tid. Vil statsråden gjera det på den ordentlege måten, altså gjennom føretaksmøte, eller synest statsråden det er greitt å gi intervju i forskjellige lokalaviser – og frå Stortingets talarstol ikkje bekrefta dei same opplysningane? Jeg kan godt forstå at representanten Toppe ut fra interessen til Senterpartiet hadde hatt et ønske om at det fortsatt var en usikkerhet knyttet til tilbudene ved disse sykehusene, men det er det ikke. Det har jeg gitt veldig klart uttrykk for. Som jeg har sagt, er vi nødt til å ta geografiske hensyn. Sykehusene i Finnmark er eksempler på det. Selv om man har et pasientgrunnlag som er under det som er som er under det som er de faglige anbefalingene for å kunne opprettholde en bredde av et akuttkirurgisk tilbud, må vi gjøre det av geografiske hensyn. Det å avklare den usikkerheten er viktig for befolkningen. Jeg forstår at Senterpartiet blir frustrert over det, for det er ikke et senterpartibyggende utsagn. Men det er viktig å avklare den type usikkerhet, og det er nå avklart. Det foreligger heller ikke noen konkrete planer om å gjøre endringer i disse tilbudene. Hvis det hadde dukket opp der, hadde vi selvfølgelig måttet følge det opp på riktig måte. Jeg vil gjerne få stille følgende spørsmål til helse- og

Dette kan sette pasientene og deres nærmeste i uholdbare situasjoner. Mener statsråden det bør ligge til grunn at vurderingene til legene som har ansvar for pasienten, må følges ved tildeling av sykehjemsplass?» Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det betyr at det er kommunen som skal sørge for at den enkelte mottar riktig behandling til riktig tid og i tilstrekkelig omfang. Det er som skal sørge for at den enkelte mottar riktig behandling til riktig tid og i tilstrekkelig omfang. Det er kommunen som tjenesteyter som i prinsippet avgjør hvor tjenesten skal ytes – altså om tjenesten skal gis i sykehjem, i en tilpasset omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller i pasientens eget hjem. Valget vil i stor grad bli påvirket av hvordan den enkelte kommune har valgt å organisere og innrette sine tjenester.

Jeg synes det er viktigere å legge vekt på hva den enkelte pasient selv ønsker, enn at legen skal ha siste ordet. Når pasientens tjenestebehov er kartlagt, bør pasienten, så langt som mulig, selv få velge tilbud eller tjenestearena. Det er pasientens helse- og omsorgstjeneste, og det er det vi arbeider for. Regjeringen arbeider for å lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg, med sikte på innføring i perioden. Dette er i samsvar med samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Hvordan innretningen på lovfestingen blir, vil jeg komme tilbake til på egnet måte. Tusen takk for svaret. Jeg er selvsagt enig i at man skal legge vekt på pasientens ønsker og behov. I de tilfellene jeg kjenner til, er det sammenfall mellom legenes anbefaling og ønsker og pasientens ønsker, så de motsetningene jeg kjenner til, har vært mellom de vurderingene som og ønsker og pasientens ønsker, så de motsetningene jeg kjenner til, har vært mellom de vurderingene som gjøres i bydelene eller ved bestillerkontorene, og de vurderingene som legen har gjort. Jeg er nok ikke helt enig i at bestillerkontorene, som det heter her i byen, over hvordan tingene fungerer for pasienten. Leger, bl.a. fastleger, har veldig nær kjennskap til hvordan det tilbudet organiseres. Så mitt spørsmål er egentlig om man når det gjelder dette med lovfestet rett, som man skal utrede, ikke har en annen ambisjon enn fortsatt bare å si at det er opp til kommunene, og at kommunene vil organisere dette ulikt. Ligger det ikke en annen ambisjon i det som nå står i samarbeidserklæringen? Ambisjonen med å lovfeste retten er nettopp å sikre rettssikkerheten til den enkelte innbygger og sørge for at man får det som er det faglig riktige tilbudet. Det som representanten Bøhler tar opp, er en tenkning som ikke Stortinget har sluttet seg til, nemlig at det er den enkelte fastlege som skal bestemme dette. Ifølge loven er dette kommunens ansvar, og kommunen vil da selv selvfølgelig organisere hvem de gir den beslutningsmyndigheten til. I de fleste kommunene er det den kommunale helse- og omsorgsforvaltningen som avgjør dette, men fastlegenes synspunkter tillegges selvfølgelig stor betydning når det gjelder vurdering av hva som er pasientens, innbyggerens, behov. og omsorgsforvaltningen som avgjør dette, men fastlegenes synspunkter tillegges selvfølgelig stor betydning når det gjelder vurdering av hva som er pasientens, innbyggerens, behov. Så er det kommunen som ut fra en totalvurdering gir tilbudet. Takk igjen for svaret. Jeg er ute etter å forstå hva som er ambisjonen til statsråden og regjeringen når man skal utrede en lovfestet rett med sikte på innføringsperioden. Det statsråden sier om at man skal ha rett til nødvendig helsehjelp i kommunene, og at kommunene skal yte det, står jo i nåværende

tiltak – i hjemmet osv. – men hvor det egentlig også ligger budsjettmessige grunner bak. Jeg trodde man ville ta sikte på en mer grunnleggende sikring av pasientens behov, og da må legenes anbefaling tyngre inn, etter min mening. Den beskrivelsen som representanten gir av intensjonen bak forslaget, og det som denne regjeringen har tenkt å gjøre, er helt riktig. Det er for å styrke den enkelte innbyggers rettigheter og rettssikkerhet med tanke på å få heldøgns pleie og omsorg. Men jeg er ikke enig med representanten Bøhler i at det eneste svaret på det er å overlate beslutningsmyndigheten til fastlegen, for dette må man se i en noe større sammenheng. På hvilken måte dette skal gjøres, kommer jeg til å komme tilbake til Stortinget med på en eller annen måte. Jeg har ikke tenkt å tenke høyt her fra talerstolen i en spørretime – det skal vi komme tilbake til. Intensjonen vår er å innføre en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg som styrker innbyggernes og pasientenes rettssikkerhet i møte med kommunen, sånn at de i større grad sikres et godt faglig tilbud. Måten det kommer til å gjøres på, innretningen på det, kommer jeg til å komme tilbake til Stortinget med på egnet måte.

På kva for nivå er førespurnadene vurderte, og kvifor er Russland sine førespurnader avviste?» Jeg forstår veldig godt at denne saken vekker engasjement hos mange, spesielt i Finnmark. Det er et felles ønske om å engasjere Russland, men akkurat nå er vi ikke i en normalsituasjon når det gjelder forholdet til Russland. I oktober 2014 mottok Forsvarsstaben to anmodninger fra den russiske ambassaden. Det ble bedt om norsk bistand til å organisere leteaksjoner for å søke etter et flyvrak utenfor Berlevåg samt reise et minnesmerke og gjennomføre en norsk-russisk seremoni for å hedre falne marinesoldater fra Nordflåten. Anmodningene ble sendt til Forsvarsstaben. Det ble lagt til grunn at et positivt svar ville innebære et militært samarbeid mellom Russland og Norge. Regjeringen besluttet før jul å suspendere det bilaterale, militære samarbeidet med Russland ut 2015. Det ble derfor ikke ansett som aktuelt å innlede nye militære samarbeidsprosjekter. Beslutningen ble fattet i Forsvarsdepartementet og ble meddelt den russiske ambassaden i brevs form av Forsvarsstaben i desember. I debatten om saken så langt har det vært stort fokus på å heve flyet. Jeg vil understreke at før dette kan bli en realitet, må det gjennomføres omfattende søk for å se om det er mulig å lokalisere vraket. Etter så lang tid vil dette trolig være vanskelig. Jeg vil gjøre oppmerksom på at den ytre delen av Tanafjorden ble grundig undersøkt etter Mehamn-ulykken i 1982. Dersom flyet fortsatt hadde vært intakt, ville det med stor sannsynlighet ha blitt funnet. Vi vil imidlertid ikke utelukke at det vil kunne være aktuelt for norske myndigheter å gjøre nye søk i dette området i fremtiden. Når det gjelder spørsmålet om et minnesmerke og en norsk-russisk minneseremoni for å hedre marinesoldatene som falt under krigen, markerte vi i oktober 2014, sammen med Russland, 70-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark. Kongen, statsministeren og utenriksministeren, samt den russiske utenriksministeren, var til stede. det store offeret som ble gjort på russisk side under krigen. Igjen: Jeg forstår at disse sakene vekker engasjement. Det er likevel vår vurdering at det ikke er tiden for å imøtekomme disse anmodningene nå. Eg takkar for svaret. Pressevakta i Forsvarsdepartementet, Marita Isaksen Wangberg, har vist til uroa i Ukraina og Russland si folkerettsstridige annektering av Krim som årsak til avslaga. I den russiske ambassaden har ein derimot oppfatta at det er økonomiske betraktningar som ligg bak det negative svaret. Korleis har den russiske presseattacheen fått dette inntrykket? Det blir litt vanskelig for meg å spekulere i hvordan den russiske presseattacheen har fått et bestemt inntrykk. Jeg kan egentlig bare vise til mitt svar, nemlig at det ble bedt om norsk bistand til å organisere leteaksjoner for å søke etter et flyvrak, og at det ble sendt til Forsvarsstaben, og at det ble lagt til grunn i vurderingen at et positivt svar ville innebære et militært samarbeid mellom Russland og Norge. Gitt den situasjonen som er nå, som en følge av situasjonen i Ukraina, så var det ikke i tråd med regjeringens beslutning om å suspendere det bilaterale militære samarbeidet med Russland ut 2015. Så det er regjeringens begrunnelse. Eg takkar igjen for svaret, og eg registrerer at eg kanskje ikkje har fått eit utfyllande svar på delar av mitt hovudspørsmål om på kva nivå Men eg vil gå vidare og spørje om dette betyr eit militært prosjekt. Regjeringa har jo gjentekne gongar sagt at folk-til-folk-samarbeidet og samarbeidet på ulike område i nord er viktig å vidareføre – trass i den spesielle situasjonen som har oppstått mellom Russland og Noreg og andre land. Så kan ein stille spørsmål som folk i Finnmark gjer, bl.a. Kurt Wikan og Så kan ein stille spørsmål som folk i Finnmark gjer, bl.a. Kurt Wikan og Hans Hatle, som har arrangert ei protestmarkering ved russarmonumentet, og som seier at det er langt frå Oslo til Kirkenes. Då må ein stille spørsmål: Kan ikkje dette òg sjåast som eit folk-til-folk-samarbeid – som ein del av det? Og er dette avslaget i tråd med målsetjinga om å vidareføre denne typen samarbeid med Russland, i den situasjonen me er oppe i? All den tid anmodningene ble sendt til Forsvarsstaben, er det naturlig å behandle anmodningene i tråd med det. Så vil jeg igjen bare understreke at vi kan være aktuelt for norske myndigheter å gjøre nye søk i det aktuelle området i fremtiden. Jeg har også stor forståelse for det lokale engasjementet som har kommet til uttrykk i saken. Det skyldes nettopp den felles historien vi har med Russland, ikke minst opplevelsene under krigen og den viktige rollen som russiske soldater spilte, særlig i Finnmark – og frigjøringen av Finnmark – under krigen. Spørsmålet om bruk av sivile og eventuelt private aktører for å gjennomføre et søk har ikke vært ansett som relevant, fordi anmodningen ble rettet direkte til Forsvaret. Dermed er sak nr. 2 ferdigbehandlet. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er